Det må vi gjera frå veg til veg – bokstaveleg talt. Så kan det vera ulike syn på kva som her er det mest framtidsretta, anten å byggja ut frå dei planane og dei avklaringane som no ligg føre, eller å gå nye rundar. I dette tilfellet

at nokon av pilotane har brukt rusmiddel like før dei skal frakte passasjerane til staden dei skal til. Den 11. mai i år kunne me lese i VG Nett at ein full SAS-pilot blei suspendert i eitt år. Han blei teken i ein promillekontroll med 0,96 i promille nokre dagar tidlegare på Piloten, ein mann i 40-åra frå Sverige, blei teken i ein rutinekontroll. Dette er ganske alvorleg, når me i tillegg veit at alle tilsette i SAS må halde seg heilt edrue i minst åtte timar før dei skal ut og fly. Derfor er eg glad for at regjeringa no tek grep og skjerper inn fleire føresegner i luftfartslova som vil bøte på dette. Me må alle jobbe aktivt for å gjere luftfarten tryggare – så trygg som råd er. For å nemne t.d. eventuelt misbruk av rusmiddel vil luftfartslova no i hovudsak få like reglar som dei som finst i vegtrafikklova. Det må ein vel seie er på tide. Det burde sjølvsagt vore slik at lovverket mot – og moglegheita for å oppdage – bruk av rusmiddel i tilknyting til luftfart skal vere minst like strengt som lovverket for transport og ferdsel på veg. Når me no får vedteke desse endringane i luftfartslova, betyr det m.a. at politiet kan utføre stikkprøvekontroll av pilotar, av og anna luftpersonell utan at det på førehand er mistanke om lovbrot. Det er bra. Elles vil endringane i lova forbetre passasjerrettar, brot mot lufthamntenester, støy og terroranslag m.m. Når me no får meir målretta og effektive reaksjonar mot lufthamner og flyselskap som ikkje held seg til lova,

Neste taler er

at norsk luftfart er trygg. Tryggleiken er det som står fremst i alle anledningar. Det er grunn til å presisera at når regjeringa legg fram eit så omfattande lovforslag, er handheving av luftfartslova hovudtema. Når vi likevel gjer det, er det fordi konsekvensane av manglande tryggleik er omfattande og kan vera fatale i luftfarten. Som folkevalde har vi difor ei plikt heile tida til å sørgja for at tryggleiksnivået stadig blir betre. Det er fordi konkurransen i luftfarten er så hard og at dei som vil overleva, må kutta kostnader. Det seier seg sjølv at akkurat det kan ha tryggleiksmessige konsekvensar. Då er det avgjerande at vi har ei robust lovgjeving og eit handhevingsapparat som bidreg til å halda oppe tryggleiken. Sjølv om tryggleik alltid er det viktigaste, er det viktig å unngå unødvendige negative samfunnsmessige konsekvensar

og forslag som vi fremjar på eigen kjøl – luftfarten er jo ei internasjonal næring, men her er altså forslag som òg blir fremja frå regjeringa for å sikra høgast mogleg tryggleik i Noreg – forslag som gjeld spesifikt for Noreg.

var et av de viktigste virkemidlene Stortinget ga sin brede og enstemmige tilslutning til, at Norge måtte delta aktivt og bredt i et internasjonalt justissamarbeid for å bekjempe både organisert kriminalitet generelt og grenseoverskridende kriminalitet spesielt. Denne saken som vi skal behandle nå, føyer seg altså inn i nettopp det bildet hvor Stortinget har lagt et godt grunnlag, etter Høyres mening, for et internasjonalt justissamarbeid, som skal være både effektivt og målrettet. Det er etablert gode og velfungerende europeiske justissamarbeid. justissamarbeid. Veldig mye av dette kan dateres helt tilbake til Den europeiske konvensjonen fra 1959, om gjensidig hjelp i straffesaker. Det var starten på et langt arbeid som resulterte i fire andre viktige avtaler og dokumenter. Jeg nevner i kronologisk rekkefølge: Konvensjonen av år 2000, så kom den såkalte 2001-protokollen med Annen tilleggsprotokoll samme år, og til slutt tilknytningsavtalen av 2003 mellom EU på den ene siden og Norge og Island på den andre siden. Saken i dag dreier seg om de to sistnevnte konvensjonene og nødvendige lovendringer for at Norge skal kunne ratifisere disse. En enstemmig justiskomité har sluttet seg til de nevnte og herværende forslag. Slik sett burde denne saken vært ganske enkel både å debattere og å behandle. Men etter at justiskomiteen har avgitt sin innstilling i den saken som representantene har på sine plasser i dag, blir jeg, i egenskap av at jeg er sakens ordfører, dag, blir jeg, i egenskap av at jeg er sakens ordfører, kontaktet av Justisdepartementet og gjort oppmerksom på at departementet har et veldig sterkt ønske om at vi stemmer imot et av de forslagene som foreligger i saken. Det forslaget som regjeringen ønsker at vi skal stemme imot, altså ikke vedta her i kveld, står på innstillingens side 5 – jeg gjør dette for å så presis jeg kan, president – under III, første kolonne, litt under midten: «§ 216 b annet ledd bokstav d oppheves.» Dette er med henvisning til straffeprosessloven. Jeg gjentar det som står i innstillingen: «§ 216 b annet ledd bokstav d oppheves.» Dette punktet ønsker regjeringen, eller departementet, at vi ikke – og jeg gjentar også det en gang – ikke skal oppheve. Det er den henstillingen vi fikk fra departementet etter at innstillingen var avgitt. Begrunnelsen fra departementet for at vi ikke skal oppheve den nevnte lovparagraf,

til å innhente opplysninger om hvilke kommunikasjonsanlegg som er i kontakt med hverandre, når de har en pågående kommunikasjonskontroll». Det er begrunnelsen. Det vil altså skape usikkerhet om politiets hjemmelsgrunnlag i en pågående – ordet «pågående» er understreket – kommunikasjonskontroll. Jeg går rett på konklusjonen før jeg avslutter, og sier at vi fra Høyres side kommer til å støtte det siste forslaget fra regjeringen, altså henstillingen om å stemme imot regjeringens forslag på det nevnte punkt. Jeg ber om at voteringen blir lagt opp slik at Stortinget gis anledning til å stemme imot den nevnte paragrafendring. Høyre kommer i hvert fall til å stemme imot å oppheve den nevnte paragrafen. Jeg vil oppfordre de øvrige partiene her i salen til å klargjøre sin stillingtagen til dette spørsmålet. For møteledelsens del – antar jeg – vil det – vil det være til en viss hjelp, i og med at det har vært en lang dag og vi har mange saker å votere over. Jeg har fått signaler som tyder på at det er en bred tilslutning til dette. Likevel ber jeg om at også de herværende partiene klargjør fra talerstolen om de støtter saksordførerens opplegg eller ikke. Til slutt har jeg lyst til bare å si at for saksbehandling er – jeg vil bruke ordet – kritikkverdig. Det er av stor betydning at Stortinget, i egenskap av å være lovgivende forsamling, får et godt beslutningsgrunnlag, spesielt i denne type saker, som også dreier seg om internasjonalt samarbeid. Dette er sammensatte regelverk, det er mange lover som griper inn i hverandre. For at vi som beslutningsorgan skal kunne få oversikt, er vi helt avhengig av at vårt beslutningsgrunnlag gjør oss i stand til å få det overblikk som er nødvendig, uten å måtte grave oss langt ned i detaljene. Vi må ha gjensidig tillit til at vi får en sak på vårt bord som er godt opplyst, når vi skal behandle den i nasjonalforsamlingen. Jeg vil si at dette ikke har skjedd i denne saken. Det har ikke på noen måte vært med vond vilje fra regjeringens eller fra departementets side, det er jeg helt sikker på. Jeg har registrert at man beklager, i hvert fall unnskylder seg veldig sterkt skal ikke gjenta seg. Jeg vil som saksordfører og på vegne av komiteen likevel si at det ikke var ønskelig å få denne type saksbehandling i denne store og viktige vil alt nå varsle at det vil bli lagt til rette for at det stemmes separat over § 216 b annet ledd bokstav d. Saksordførerens anbefaling er altså ikke å støtte den enstemmige innstillingen. Voteringen vil bli lagt opp slik at det skal være mulig å få synliggjort de faktiske holdningene til saken i salen.

som gjelder § 216 i straffeprosessloven. Saksordføreren fremmet kritikken på velegnet måte. Det at regjeringen kommer med en endring av en proposisjon etter at stortingskomiteen har avgitt innstilling, er selvfølgelig – det er vi alle enige om – uheldig, for å si det forsiktig. Jeg slutter meg her helt og fullt til saksordføreren. Likevel

for alle vet at Fremskrittspartiet var særlig negativ til innføring av datalagringsdirektivet, og det er vi fortsatt. Vi har også fremmet forslag i Stortinget om å reversere datalagringsdirektivet. Vi mener rett og slett at dette er systematisk overvåking av hele befolkningen, uten begrunnet mistanke om at noe ulovlig har skjedd eller vil skje. Men samtidig er det altså viktig å framheve at Fremskrittspartiet anerkjenner at politiet har behov for en utvidet verktøykasse for å håndtere de moderne kriminelle, og da fortrinnsvis de organiserte kriminelle. Derfor har vi fremmet en rekke forslag tidligere, bl.a. i forbindelse med meldingen om organisert kriminalitet og under

Men vi fremmet et alternativ til DLD, nettopp for å senke terskelen for overvåking ved begrunnet mistanke, og således en endring av § 216 i straffeprosessloven. Vi ønsker også mer ressurser til politiet knyttet til å gjennomføre kommunikasjonskontroll, da dette er kostbare greier. I tillegg ønsker vi mer ressurser til infiltrering, spaning, osv. Selv om det ble litt rot i denne proposisjonen, er vi nå glad for at feilen er blitt rettet opp, og at politiet får beholde det viktige verktøyet sitt i framtiden. Jeg vil gjerne også bare kort få lov til å sitere fra innstillingen om DLD, for å være helt sikker på at jeg får det med meg i denne saken, i og med at vi ikke fremmer noen forslag. Det er sitat fra Fremskrittspartiets merknader: «Mer konkret vil disse medlemmer endre straffeprosessloven § 216 a,

og derfor avslutter jeg bare med å være like klar og tydelig som saksordføreren: Fremskrittspartiet vil stemme mot § 216 b annet ledd bokstav d. Da har vi registrert Fremskrittspartiet stemmeforklaring, som en støtte til saksordførerens anbefaling. Jeg er

norsk lov. Det står fast. Jeg er enig med saksordføreren i at når man må gå så langt ned i detaljene, kan djevelen ligge der, og stortingsrepresentantene kan gjøre en feil ved at de ikke får tid nok og godt nok saksgrunnlag til å komme med anbefaling overfor sine grupper. Med den forståelsen at når regjeringen nå ber oss om å Med den forståelsen at når regjeringen nå ber oss om å stemme slik de gjør, og det ikke kolliderer med SVs utgangspunkt, nemlig at vi stemte mot å gjøre datalagringsdirektivet til en del av norsk lov, vil SV støtte regjeringens anmodning. Nå

behandles. Dessverre hadde det, slik saksordføreren har redegjort for, sneket seg inn en feil i lovforslaget, og jeg er takknemlig for at komiteen retter opp dette. Det er en arbeidsulykke av det slaget som ikke skal skje. De nevnte instrumentene har allerede vært praktisert i EU og Europarådet i flere år og fungerer godt. Avtalene bygger videre på og supplerer konvensjoner og avtaler Norge allerede er tilsluttet, bl.a. Den europeiske konvensjonen om gjensidig hjelp i straffesaker og Schengenkonvensjonen. Formålet med avtalene er å fremme et tettere internasjonalt samarbeid i kampen mot kriminalitet. Det rettslige samarbeidet gjøres enklere og mer fleksibelt, eksempelvis ved forenklede regler for

Avtalene reiser etter mitt skjønn ikke særskilte spørsmål, og har kun foranlediget én kommentar fra justiskomiteen. Jeg er naturligvis glad for at Stortinget gir sitt samtykke til ratifikasjon. Det felles reisefrihetsområdet innenfor Schengen medfører at også kriminaliteten i stigende omfang er grenseoverskridende. Det er derfor et økende behov for å fjerne rettslige og faktiske hindringer for etterforskning og straffeforfølging på tvers av landegrensene. Internasjonalt rettslig samarbeid på det strafferettslige området er nødvendig, og det er viktig at flest mulig land deltar i et slikt samarbeid, slik at ingen stater får karakter av fristed for forbrytere. Jeg er opptatt av at også Norge må følge med på den utviklingen som skjer på området, særlig innenfor Europa, og bør slutte seg til nye internasjonale avtaler om strafferettslig samarbeid.

Forpliktelsene er gjennomført i straffeloven 2005, men denne er som kjent ikke trådt i kraft – sterkt på etterskudd, noe som er problematisk, men som jeg ikke skal si noe mer om her. Komiteen viser til behandlingen av justisministerens og forsvarsministerens redegjørelse i Stortingets møte 10. november i fjor om angrepene 22. juli, hvor det ble understreket at ratifisering av konvensjonen og arbeidet med lovfesting, uavhengig av ikrafttredelse av straffeloven av 2005, skulle skje raskt, ikke minst etter at amerikanske myndigheter overfor Norge har etterspurt fremdrift. Komiteen er derfor fornøyd med at regjeringen med fremlegget av denne proposisjonen har oppfylt Stortingets, regjeringens og ikke minst vår nærmeste alliertes felles mål. På vegne av en samlet komité viser jeg derfor til proposisjonen, forslagene og begrunnelsen gitt i denne, og anbefaler Stortinget å støtte innstillingen. Jeg vil bare si at dette er

mot å misbruke denne typen våpen i terrorisme. Det er veldig bra at vi har fått en så god framdrift i saken her på Stortinget, i komiteen og i salen i dag. Jeg vil bare takke saksordføreren for at det var mulig. Vi fikk saken relativt tett innpå sommeren, men det er en bred enighet om at dette er viktig, og at dette arbeidet ikke kan vente. – Så takk for bra samarbeid om å få saken raskt fram. Dette er en viktig sak, og da er det hyggelig og

slik at kjernefysisk materiale er meget farlig og kan, hvis man har en ondsinnet hensikt, få meget store konsekvenser for befolkningen. Vi snakker om de skitne bomber. Det er det som i dag er en av de største bekymringene for sikkerhetstjenestene og politiet rundt omkring i verden. Dernest er det ulykker i kjernefysiske reaktorer. Det skjedde i Japan, det skjedde til de grader og i så sikre reaktorer at man nesten aldri kunne tenke seg at noe kunne gå galt. For 20–25 år siden skjedde det i daværende Sovjet, og selv i

Jo flere steder dette finnes, jo større fare er det for at kriminelle får tak i det, og det igjen kan bli et stort problem for verdens befolkning. Vi i SV håper at vi på kort sikt kan begrense kjernefysisk materiale rundt omkring i verden så mye som mulig, og på lang sikt har vi et håp om og tro på at dette må avskaffes fra jordkloden.

ved ikke å sende inn et bestemt skjema der det registreres utleievirksomhet i tillegg til ordinær landbruksvirksomhet. De risikerer nå å gå konkurs, etter å ha fått et krav på 2,8 mill. kr fra Skatt Midt-Norge. 2,2 mill. kr er moms, som de har fått tilbake i forbindelse med fjøset i perioden 2006–2010. Resten, som altså da er 600 000 kr, er renter og straffegebyr. Hadde ekteparet benyttet seg av en frivillig ordning og registrert i merverdiavgiftsregisteret at de leide ut fjøset, hadde kravet i dag ikke eksistert. Ekteparet skal altså ikke ha tjent en eneste krone på skjemaglippen, men Skatt Midt-Norge sier på generelt grunnlag at det ikke er rom for å vise skjønn. Familieselskapet H. Heitmann & Son i Drøbak vil i flere år få svi for et kryss daglig leder, Peter Heitmann, aldri førte på et skjema han sendte skatteetaten i april 2001. Det manglende krysset kostet selskapet drøyt 11 mill. kr. Hadde krysset vært med, hadde ikke kravet eksistert. Heitmann uttaler: Jeg trodde jeg hadde gjort alt riktig, men så manglet det altså et kryss. At det skulle koste oss 11 mill. kr, føles som et stort overgrep. Firmaet holdt på å gå over ende. Dette er to eksempler, men det finnes langt flere. At det kan gjøres feil i det skjemaveldet som Norge opererer under, er ikke rart og burde ikke overraske noen. Men at slike feil, hvor man ikke engang får personlig vinning, ikke tjener én krone, skal straffes så hardt, visste kanskje de færreste. Det er altså i dag ikke rom for skjønn. Det er dette som må endres. Derfor er jeg glad for aller først – at Høyre fremmet dette representantforslaget, slik at Stortinget kunne ta tak i problemstillingen. Dernest er jeg glad for at justiskomiteen har hatt dette til behandling og samlet seg om en retning videre. Det er to forslag som er fremmet i representantforslaget. Det første går på en gjennomgang av bruken av sanksjoner ved regelbrudd som følge av feil ved utfylling av skjema, hvor det ikke foreligger noen personlig vinning.

dette. Det er positivt at en enstemmig justiskomité ser behov for at her må noe gjøres. Allikevel – og dessverre – har dette tatt veldig lang tid. Det regjeringen nå skal følge opp, har sin bakgrunn i en NOU, altså en utredning, fra 2003 – det er snart ti år siden – hvor man hadde et utvalg som så på denne problemstillingen som dette representantforslaget nå reiser. Vel, det er snart ti år siden NOU-en forelå. Nå sier regjeringen at en sak skal komme inneværende år. Det hilses velkommen. I merknadene i saken sier også en enstemmig komité at man forventer at den kommer i tråd med den tempoplanen som regjeringen har varslet. Det er mange som har opplevd de urimelighetene som jeg brukte to eksempler på å få fram. Jeg håper at man i hvert fall for framtiden, når man får en endelig sak og får fattet riktige beslutninger, ikke vil oppleve denne type overgrep fra det offentlige overfor den vanlige mann og kvinne her i landet. Komiteens mindretall, Fremskrittspartiet og Høyre, har valgt å fremme de forslag som var med i representantforslaget. Jeg tar herved opp de to forslagene. Representanten Ulf Leirstein har tatt opp de to forslagene han refererte til. Dette er ein viktig diskusjon, og det er sikkert eit veldig bra forslag. Men me kjenner jo til at Sanksjonsutvalet la fram ein NOU, Fra bot til bedring, som inneheld ein del forslag som må vurderast i departementet. Statsråden skriv i sitt brev til komiteen: «Justisdepartementet arbeider med oppfølgingen av NOU

regjeringspartia heller ikkje avviser forslaget, i og med at me går for ei innstilling der ein legg saka ved protokollen. Det betyr at ein skal kome tilbake til saka i nær framtid. Eg forventar da at departementet vil fremme ein proposisjon så snart det lèt seg gjere, og fortrinnsvis i løpet av 2012.

fra folk som havner i skjemaveldet med ulike konsekvenser. Noen av dem er bakgrunnen for denne saken, hvor Høyre startet en sak med et ektepar fra Sandeid i Rogaland og en sak med tilsvarende konsekvenser for et ektepar i Frosta i Nord-Trøndelag. I tråd med regjeringens og Stortingets signaler, og med moderne landbrukspolitikk, satset de på samdrift. For å ha råd til å investere i ny driftsbygning gjorde man det logiske, man spleiset på den. I og med at man var flere enn én, måtte man regulere avtalen om hvem som skulle betale, og hvem som skulle eie driftsbygningen. Dermed ble det et utleieforhold. Da glemte samdriftsbøndene, og og også revisor, noen kryss som hadde fått katastrofale konsekvenser hvis ikke skattemyndighetene hadde snudd. Dette forslaget har vært med på å få en løsning i denne typen saker, som både representanten Leirstein og vi i Høyre har tenkt på. Dette er også en sak som har gått i finanskomiteen, hvor den i hvor den i praksis egentlig hører hjemme, for vi har ikke bedt om lovendringer i denne saken. Vi har bare bedt om en mer smidig saksbehandling hos skattemyndighetene. Det var faktisk det som førte til en endring, da Finansdepartementet sørget for økt smidighet i Skattedirektoratet. Det viser at man kan nå langt uten nye lover, uten nye regler, rett og slett med en god samtale med byråkratiet om hvordan politiske regler skal fortolkes. Det er et godt eksempel. Et enstemmig storting har gode ambisiøse mål om enklere forhold for næringslivet og enklere forhold for privatpersoner. Her er man inne på et regelverk hvor – jeg illustrerer litt i dag forslaget er fremmet med bakgrunn i finanspolitiske konsekvenser, finanspolitikk, og fra medlemmer av finanskomiteen. Det ender opp i justiskomiteen. Saken har vært innom Landbruksdepartementet, og saken har vært innom Næringsdepartementet. Hvis vi tenker på dem som skal forholde seg til disse reglene når de setter opp en driftsbygning eller en annen næringsbygning, er det fem ulike departementer som jobber med denne typen saker: Finansdepartementet, Næringsdepartementet, Landbruksdepartementet, Kommunaldepartementet osv. Det begynner å bli komplisert for staten, det blir komplisert å finne de styringssignalene som Skattedirektoratet skal ha. Hvis man tror dette forslaget er fremmet for å be om lovendringer, er det for så vidt ikke riktig. Når det gjelder saken som handler om moms på bygg, og som er ganske teknisk, så vidt ikke riktig. Når det gjelder saken som handler om moms på bygg, og som er ganske teknisk, samlet finanskomiteen seg for to uker siden enstemmig om et representantforslag fremmet av Fremskrittspartiet med støtte fra regjeringspartiene, hvor komiteen hadde en veldig god dialog med departementet, og hvor man nå har bedt om at all utleie av næringsbygg blir og dermed også refusjonsberettiget. Dermed mister man muligheten til å krysse feil, man gjør det rett og slett enklere. I sum har saken vært i finanskomiteen, i næringskomiteen, hatt landbruksministerens inngripen og annet, men denne saken er isolert sett løst fra de problemene. Jeg vil faktisk gi ros til finansministeren, jeg vil gi ros til landbruksministeren, og også til de rød-grønne partiene på Stortinget, for vi har hatt en positiv utvikling. utvikling. Man har sett at hvis man vil, kan man få Skattedirektoratet til å skjønne politikk, hvis man bare snakker godt nok med dem. Jeg tror vi vil se en god utvikling, særlig fra 2013. Saksordføreren har redegjort ganske greit for bakgrunnen for at denne saken ble reist. Det var flere saker, men en av dem er

forstå at de ikke skulle gjøre det på den måten de har gjort. Som landbruker og bonde er man registrert i merverdiavgiftssystemet, og han antok da at det var unødvendig å gjøre noe mer med det – ergo manglet det et kryss i et skjema. Så gikk det to år, og så kommer skatteetaten med et brev og sier at han har snytt staten for 2,8 mill. kr og må betale det inn relativt umiddelbart. han nødt til å gå til anskaffelse av advokat og førte en dialog med skattevesenet, hvor – når man ser på de brevene som ble sendt, jeg fikk anledning til å lese dem – beskyldningene som skatteetaten kom med, var ganske graverende. Det var ganske trist å se at staten gjennom skatteetaten kan behandle enkeltmennesker i Norge på den måten. Det er ikke rart, som

Til slutt kom finansministeren inn på banen og sa at dette ikke var bra. Han har meddelt familien Myrholdt at de ikke skal trenge å betale inn beløpet. Men likevel: Det som er så skremmende, er at staten bruker slik makt mot enkeltmennesker når de ikke har gjort noe forsettlig galt, og heller ikke har gjort noe som har påført staten noen som helst skade. Det er rett og slett et paragrafrytteri, og det synes jeg er

om ordet til sak nr. 21. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil 5 replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.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

Tigging er eit tema som engasjerer mange. Utgangspunktet for denne debatten er eit representantforslag om å forby tigging. Ulike parti har ulike meiningar om vi skal forby tigging eller ikkje. Fleirtalet i justiskomiteen går ikkje inn for å støtte forslaget om å forby tigging no, og tilrådinga frå komiteen er at representantforslaget blir lagt ved protokollen. Den såkalla lausgjengarlova vart oppheva av eit samla storting i 2005, så frå 1. juli 2006 var det ikkje lenger ulovleg å tigge. Forslagsstillarane vil sjølve gjere greie for bakgrunnen for at dei ønskjer at tigging skal bli forbode igjen. Eg vil som saksordførar først gjere greie for det komiteen stiller seg samla bak i felles merknader, før eg seier noko om Senterpartiet si meining. Heile komiteen er oppteken av at hovudinnsatsen for å førebyggje fattigdom og tigging innanlands og i andre land må vere sosiale tiltak og ikkje kriminalpolitiske verkemiddel. Det må vere ein kombinasjon av tiltak i Noreg og internasjonale tiltak der ulike aktørar samarbeider for å gi folk andre måtar å tene til livsopphald på enn Komiteen peikar på at Noreg må halde fram med å finansiere målretta tiltak også internasjonalt gjennom t.d. EØS-midlane. Sjølv om vi står godt samla om å stemme imot framlegga frå Framstegspartiet og Høgre, har dei tre regjeringspartia noko ulik tilnærming til temaet tigging. Derfor vil vi kvar for oss gjere greie for standpunkta våre. Talet på utanlandske tiggarar har auka kraftig sidan forbodet mot å tigge vart oppheva. Ein finn tiggarar på gata, i ferjekøane og på dørene til folk. Dette skapar eit press på kommunane òg for at dei skal avgrense eller hindre plagsam tigging. I brev frå justisministeren kjem det fram at departementet for tida utgreier ulike løysingar som kan bidra til å dempe dei uheldige sidene ved tigging. Deriblant skriv statsråden at det t.d. må om regjeringspartia som nemnt står samla om ikkje å gå inn for mindretalsframlegga, finn eg det naturleg å gjere greie for bakgrunnen for landsmøtevedtaket vårt. Det er fleire faktorar som gjer spørsmålet om ein skal forby tigging eller ikkje, relevant å diskutere vidare. Noko av tigginga kan knytast til organisert kriminalitet og menneskehandel. Det er noko vi ønskjer å forhindre. Da justiskomiteen var på komitéreise i Romania for eit par år sidan, påpeikte den nordiske tollsambandsmannen der at bakmenn også kan vere familie og slekt. Det er vanskeleg å definere menneskehandel, men ein kan spørje seg om det er så mykje betre at ein ungdom blir nøydd til å tigge fordi onkelen organiserer tigginga, og at alle i familien må bidra, enn om det er eit fremmendt menneske som organiserer denne tigginga. Det finst ungar og ungdom som ikkje får utdanning fordi foreldra heller vil at dei skal vere med og tigge, også når det finst reelle alternativ, t.d. gjennom EØS-finansierte prosjekt der skulegang er ein del av tilbodet. Det er også nokre paradoks i spørsmålet om tigging. Arbeidsmiljølova seier at folk skal ha verdige arbeidsvilkår og ei minstelønn, og vi kjempar rettmessig nok mot sosial dumping av utanlandske arbeidstakarar. Vi godtek ikkje at folk tener 80 kr timen her til lands, sjølv om dette openbert er betre for dei enn å tene 80 kr i månaden i heimlandet. Men vi godtek at folk tener til livsopphald ved å sitje på gata i ti minusgradar for ein hundrelapp dagleg. Det er snakk om både ungdommar, vaksne og eldre menneske, og somtid også Skal vi la tigginga vere lovleg fordi det er betre enn ingenting at desse menneska får tigge, skulle vi kanskje tenkt at det er betre for utanlandske arbeidstakarar å arbeide her for 80 kr timen enn for nærast ingenting i heimlandet. Politiet i Hordaland har gjort ein fenomenal jobb mot menneskehandel, og dei har avdekt ei alvorleg sak der familiemedlemmer tvinga ungar til å tigge og stele, og der også seksuelt misbruk var ein del av Uavhengig av om vi får eit generelt forbod mot tigging eller ikkje, er det fullt mogleg for politiet å gjere ein innsats for å avdekkje menneskehandel der tigging er med i biletet. Det er allereie straffbart å organisere tigging og tvinge andre til å tigge. Men politiet i Hordaland påpeiker at dei primært også ønskjer eit generelt forbod mot tigging. Det er som sagt ikkje fleirtal i politiet no for å gjeninnføre forbodet mot tigging, og dette taklar eg godt, all den tid statsråden understrekar at det at det er nødvendig å vurdere tiltak som kan avgrense omfanget av tigginga. Mellom anna synest eg det er viktig å vurdere korleis kommunane sjølve kan få regulere tigginga. Jeg er

som delvis er et svar på spørsmålet om hvordan vi kan hjelpe, og som er tiltak vi vil gjøre mer med. Når det gjelder utenlandske tiggere som særlig er kommet fra Romania og Bulgaria etter at disse landene ble med i EØS, og som nå er dominerende blant tiggerne i byene våre, er svarene på hvordan vi kan hjelpe på beste måte, mer krevende. Også her er hele komiteen enig i at de først og fremst må hjelpes i hjemlandet; måte, mer krevende. Også her er hele komiteen enig i at de først og fremst må hjelpes i hjemlandet; det er der vi må sette inn sosialpolitiske virkemidler, og det bør være i en kombinasjon av nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid der også humanitære og religiøse organisasjoner bidrar. Norge gir betydelige midler til dette arbeidet, ca. 1,2 mrd. kr per år, for å hjelpe til med bl.a. velferdsbyggingen i Romania. EU satser også store ressurser i byggingen av Det er også frivillige organisasjoner, som Frelsesarmeen i Norge, som jobber med å sette i gang prosjekter for å hjelpe i hjemlandet. Det er viktig at dette arbeidet systematiseres og målrettes mot dem som trenger mest hjelp i hjemlandet, særlig romfolket, og at vi greier å se at her blir det resultater, her blir det en innsats som de kan benytte seg av.

Et godt eksempel er Folk er Folk, som i dag har lansert 30 jobber for tiggere fra romfolket, der de inngår arbeidsavtaler og skal selge et nytt blad eller tidsskrift på gata i Oslo. Når tidligere tiggere på denne måten prøver å finne andre utveier, er det viktig at de lykkes, så jeg håper mange vil kjøpe de nye bladene når de kommer på gata i dagene som kommer. Det er også grunn til å håpe at flere tiggere vil bli inspirert av muligheten til å prøve seg på arbeidsmarkedet i Norge, som Stortinget la bedre til rette for sist torsdag, da Romania og Bulgaria ble inkludert i det europeiske arbeidsmarkedet på vanlig måte. Vi trenger arbeidskraft her i landet, og polakker og andre grupper fra Øst-Europa, som også har vært vanskeligstilt, har vist at det nytter å komme i gang på arbeidsmarkedet via ulike innganger.

Det er viktig at departementet ved Politidirektoratet og Oslo kommune setter seg ned og får løst dette nå. Det vil gjøre at man kan komme et skritt videre og lettere få skilt ut de som er her med ærlige hensikter og ikke har problemer med å ha kontakt med politiet og identifisere seg, fra andre. Når det gjelder øvrige tiltak for å redusere tiggingen, er vi glad for at statsråden i sitt svar til komiteen sier: «Dagens situasjon tilsier likevel at

og vil med det gå inn for at forslaget vedlegges protokollen. Det skulle ikke være nødvendig å sitte med kopp på Karl Johan, verken om en er norsk rusmiddelmisbruker, eller om en er en utenlandsk tigger. Vi deler egentlig tiggere i tre grupper. Den ene gruppen er de norske rusavhengige. Vi mener det er viktig å kunne gi et tilbud – avrusningsplasser når det er behov for det, når motivasjonen er på topp, ved frivillige: Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Blå Kors osv. Det knytter seg også til det forslaget som Fremskrittspartiet har i saken, som går på å gi momsrefusjon. Så er det den andre gruppen, utenlandske tiggere som ikke er kriminelle, som ikke har til hensikt å begå kriminalitet, men som faktisk er i nød – det er barn på turné, men det er også barn som er her lovlig fordi det er lovlig å tigge. Disse

når det gjelder boevne, når det gjelder å bygge opp sanitæranlegg, og når det gjelder mulighet for skolegang for de barna som bor der. Da må vi støtte de frivillige. Vi må i mye større grad målrette EØS-midlene, som også representanten Bøhler var innom. Der er vi helt enige. Så er det den tredje gruppen: utenlandske tiggere som er del av et organisert kriminelt nettverk. Der må vi ha en innsats både nasjonalt og i samarbeid med andre land. Vi ser at så lenge det er lovlig å tigge i Norge, er dette en inngangsportal for dem som kommer i ens ærend for å begå kriminalitet – det være seg narkotikahandel, menneskehandel, tyveri/vinningskriminalitet, prostitusjon osv. Norge fører i dag en Norge fører i dag en politikk som legger til rette for at denne gruppen kan komme og begå kriminalitet. Så til Oslo Arbeiderpartis årsmøtevedtak, som det har vært en debatt om. Det er slik å forstå at en ønsker å dele inn de ulike bydelene her i Oslo, den ene bydelen kan innføre et forbud, mens den andre bydelen ikke trenger det. Det blir for meg tull og tøys. For det første kommer vi til å bruke politiressurser til å gjøre det, og vi vil nærmest forplante tiggere som sitter i den ene bydelen, hvor de ikke har lov til å være, over til en annen bydel. Men ikke minst vil vi også få

Hvis utlendingene tigger hos oss, er det noe galt med det sosiale nettverket i de landene de kommer fra. Det er det faktisk i mange land. Hvordan skal vi da løse dette problemet? Strakstiltak løser ikke problemet, langsiktige løsninger er derfor påkrevd. For noen kulturers vedkommende har tigging sammenheng med folkegruppers levesett. Man kan leve som nomader i de land og kulturer hvor det er historisk og geografisk forutsetning for dette, men ikke i industrialiserte og pengebaserte samfunn som vårt. Andre henvises til tigging fordi man ikke har andre alternativer hvis det økonomiske grunnlaget svikter. Slike problemer må Fattigdomsproblematikken er internasjonal og må løses med bilateralt og multilateralt samarbeid, der både nasjoner og religiøse og humanitære organisasjoner bidrar. Så tar jeg opp forslagene, både det vi har i fellesskap med Høyre, og det som vi er alene om. Representanten Åse Michaelsen har tatt opp de forslagene hun refererte til. På mange måter reflekterer innstillingen og debatten her så langt det samme som gjorde at debatten på Høyres landsmøte var god,

hvert. Det ser ut til at en del har hatt inngrodde fordommer mot Høyre og nærmest på autopilot setter opp et karikert bilde av oss som middelaldrende, rike, besteborgerlige mennesker som har sklidd rundt på et rekesmørbrød halve livet, og ikke tolererer annerledeshet, romfolk eller rusk på bakken. De burde egentlig ta en titt i speilet på seg selv og sine fordommer og evnen til å diskutere sak. For å diskutere sak synes jeg faktisk at alle når man leser merknadene i sin helhet, selv om vi ender opp på – foreløpig i hvert fall – litt ulike konklusjoner. Men det synes jeg understreker at hele Stortinget er bekymret på vegne av de enkeltmenneskene som blir solgt som slaver til ulike formål, også til tigging. Det er ingen kjappe løsninger på noen av de spørsmålene som menneskehandel, tigging og kriminalitet reiser. Når en NOVA-forsker f.eks. finner ut at tiggerne er fattige mennesker i en vanskelig livssituasjon, kommer jo ikke det som en bombe. Det som derimot er en litt trist bombe, er at debatten i det offentlige rom så langt nærmest har sett bort fra de tendensene som politiet i Norge, og ikke minst i Sverige og internasjonalt, melder om når det gjelder utviklingen og kombinasjonen mellom tigging, trafficking og annen kriminalitet, organisert eller uorganisert. Hadde vi hatt en nasjonal rapportør på trafficking i Norge, som Høyre ønsker, hadde vi kanskje også hatt bedre oversikt nå. Under sterk tvil har undertegnede og Høyre som parti kommet frem til at vi vil åpne for igjen å innføre et hjemmelsgrunnlag som virkemiddel, som kan begrense deler av den tiggervirksomheten vi har sett bre seg spesielt i Oslo, men også i hele landet. Det må være lov å si at det er lov å ha to tanker i hodet samtidig, samtidig, legge vekt på det som folk føler på kroppen av problemer knyttet til dette, samtidig som vi er opptatt av å hjelpe mennesker som selges som slaver eller er i en vanskelig livssituasjon. Når man hører enkelte nærmest fnyse av folks bekymring for utviklingen, undres jeg litt over hvor nært disse selv lever den virkeligheten som folk beskriver. Mitt inntrykk er at ute blant folk er det ganske mange flere enn de ofte urettferdig karikerte Frogner-fruene som ønsker en ny politikk. I en bisetning kan det sies at mange Frogner-fruer ofte har et velpleid ytre, men de har svært ofte et velpleid indre også, med stor omtanke for andre mennesker. Uansett om det er Frogner-fruer eller andre fruer, herrer eller ungdom, synes jeg man skal ta deres bekymring på alvor, fremfor å avvise dem. For de aller fleste, vet og mener at fattigdom løses best ved sosialpolitiske tiltak som fungerer både nasjonalt og internasjonalt. Et forbud kan utformes og ikke minst håndheves på ulike måter. Å fokusere på selve organiseringen av tiggingen vil f.eks. være å sørge for at vi praktiserer en slags hallikparagraf på tiggerområdet, noe som kanskje kan bidra til at vi får forebygget de deler av virksomheten som er mest problematisk. Jeg må avslutningsvis si at egentlig synes jeg noen ganger at pushing av kredittkort, strømabonnement, treningskort eller Omega 3 er vel så irriterende – mye mer irriterende er det – enn å se noen sitte på bakken. Det er ikke irritasjonen over å se noen sitte der som er utgangspunktet for verken Fremskrittspartiet, Høyre eller Senterpartiet når det gjelder denne debatten. Det handler om at vi ønsker å bruke et virkemiddel, som et forbud vil være, for å hjelpe en del av de menneskene som blir trafikert. Men samtidig erkjenner også Høyre at det løser ingenting i seg selv. Vi løser ikke sosiale problemer ved et forbud, men vi kan kanskje greie å forebygge deler av den mest groteske virksomheten som menneskehandlere driver med. Derfor er Høyre villig til å prøve å gjeninnføre et forbud, som kan utformes på flere måter, men det må ses i sammenheng med alle de virkemidlene som alle partier her i salen er opptatt av skal fungere, i form av en velfungerende velferdsstat og støtte til andre land internasjonalt. Høyre avventer også med spenning statsrådens tiltak for å løse de utfordringene som tiggere møter i Norge. Avslutningsvis: Eksemplet som representanten Michaelsen kom med, er veldig godt, for det viste seg at man faktisk fikk ned antallet tiggere. Det viser at vi kan gi penger for å hjelpe folk med god samvittighet, og ikke bare kjøpe oss god samvittighet ved å putte penger i koppen, så helt andre skal løse problemene for dem som sitter der. Mange land i Europa er

eller arbeidsledighet med svært liten eller ingen trygd. Foreldre leter etter mat til sine barn i søppelkasser. Når samfunnet rammes av slike økonomiske svingninger, går det alltid fra vondt til verre for dem som har lite fra før. Da er det ikke særlig oppsiktsvekkende å se at fattige, trengende folk fra Europa, i juridisk forstand EØS-områdene, kommer til rike Norge. Folk i nød kommer dit arbeid og/eller mat er. Det er en historisk sannhet. At partiene som er ihuga tilhengere av EU og EØS, ikke ønsker å innse og akseptere dette, er rett og slett pinlig og flaut – oppsiktsvekkende, vil jeg si. Verre blir det når disse partiene ønsker å forby symptomene på en samfunnssykdom og deretter tro at selve sykdommen – fattigdommen – blir borte. Jeg er glad for at det finnes en Torbjørn Røe Isaksen i Høyre. Han sa det så klokelig: Det er naivt å tro at behovet for tigging forsvinner dersom det blir forbudt. Høyresiden viser her sitt sanne ansikt: De vil gjerne ha kapital og arbeidsføre, menneskelige ressurser fra men skyggesiden av nettopp dette kapitalistiske prosjektet – fattigdom – vil de ikke se. Renovasjon av våre gater skal gjennomføres. Det å forby tigging i Norge er et ganske oppsiktsvekkende og vidtgående tiltak. Her ligger det mange innebygde motsetninger i forslaget. Et forbud mot tigging vil ikke bare ramme utlendingene som tigger, men også våre egne fattige vil bli rammet, rusmiddelmisbrukere. Da har de kun en utvei: å begå kriminalitet. Er det ikke det høyresiden mener å forebygge ved tiggeforbud? Med dette forslaget vil Høyre og Fremskrittspartiet i tillegg hindre f.eks., slik jeg forstår, Frelsesarmeen i å samle inn penger. Jeg ser ingen prinsipiell forskjell mellom å tigge for gi sine egne barn mat og å tigge for å gi mat til andres barn. Har Høyre og Fremskrittspartiet tenkt på det? Høyre og Fremskrittspartiet skriver i sine merknader: «Disse medlemmers hovedmål med et forbud er å ramme bakmenn som organiserer tigging, som ledd i organisert menneskehandel og annen kriminalitet.» Vel, det er alt i dagens lovverk straffbart å lure, true eller tvinge noen til å begå kriminelle handlinger, sågar lovlige handlinger. De eneste som vil bli rammet ved et tiggeforbud, er fattige mennesker som må gå på akkord med sin verdighet og må tigge. Jeg hører stadig historier om tiggere som oppfører seg truende og aggressivt. Vel, la meg først slå fast at det er en oppførsel som er straffbar. Politiet har alt i dag hjemmel for å påtale dette. Når det er sagt: Jeg bor i Oslo ferdes i Oslos gater hver dag. Jeg reiser rundt i mange byer og på mindre steder i Norge. Det er viktig for meg å fortelle at jeg har aldri opplevd truende eller aggressive tiggere. Jeg kan ikke avvise at andre har opplevd det, men det er ikke hele historien. SVs løsning er at vi må forebygge fattigdom, og vi må gi mennesker mulighet til å komme ut av fattigdom når de først dessverre blir rammet av det. Da er billige og tilgjengelige barnehager, god og gratis skole, åpent og inkluderende arbeidsmarked, et rettferdig skattesystem, offentlig og robust helsevesen og likestilling på alle plan løsningen. Det gjelder i Norge, og det gjelder i utlandet. Dette er sosialismen i praksis, og det fungerer best. Heldigvis har de aller fleste det veldig godt i Norge. Likevel utspiller livet seg forskjellig for oss. Noen mennesker ser ikke noen annen utvei enn å be om en slant penger på gata. For andre er det ikke et frivillig valg, men de er dessverre satt på gata av bakmenn som driver med menneskehandel. Tigging kan ha sitt opphav i rus, fattigdom, menneskehandel, organisert kriminalitet eller andre store utfordringer. Uansett hva som er årsaken til at de må tigge, er det her snakk om det enkelte menneske som er satt i en vanskelig situasjon, og som trenger en hjelpende hånd. Disse utfordringene må løses på andre måter enn forbud – det vil ikke hjelpe dem som er utsatt for dette. Folkeparti vil derfor ikke støtte forslaget som ligger her i dag. Selv om jeg er uenig i forslaget, er jeg likevel glad for at bekjempelse av organisert kriminalitet og menneskehandel blir satt på dagsordenen. Bekjempelse av menneskehandel handler om kampen for frihet, selvstendighet, likestilling og menneskeverd. Da er ikke kriminalisering av mennesker i nød veien å gå – i den kampen trenger vi andre virkemidler enn det som blir foreslått her. Det som trengs, er økt kompetanse på området og styrket internasjonalt samarbeid både på statsplan og på organisasjonsplan. Som et eksempel fremmet Kristelig Folkeparti nylig et forslag om å innføre en antislaveridag for å bevisstgjøre både myndigheter og den enkelte borger om dette viktige temaet. Dette forslaget ble foreslått vedlagt protokollen av en enstemmig justiskomité, som argumenterte med at ved å ha fokus på dette alvorlige temaet en dag, ville det ta fokuset vekk fra det daglige arbeidet med bekjempelse av menneskehandel, noe som jeg finner svært underlig. Innføringen av 1. mai tyder ikke akkurat på at arbeidstakernes rettigheter har blitt dårligere på grunn av den dagen, snarere tvert imot. I Bergen tingrett pågår det nå en omfattende straffesak mot en rekke personer med rumensk opprinnelse som er tiltalt for menneskehandel etter å ha utnyttet flere jenter på brutalt vis. Jentene har bl.a. blitt utsatt for grove overgrep, og deriblant tigging. Noen av de tiltakene som politiet har utført i byer som Bergen og Kristiansand, er at man har innført påbud om registrering av og ID-kort for dem som tigger. På den måten har de fått god oversikt over personer i ulike miljøer, noe som bl.a. har medført at denne store saken har kommet opp. Dette synes jeg er et veldig godt tiltak, som flere byer bør ta i bruk. Et forbud vil medføre at de som er utsatt for menneskehandel, blir enda mer usynlige for politiet, noe som vil virke helt mot sin hensikt. I tillegg viser denne saken at det ikke er tiggerne som er problemet, de er ofrene, og det ville derfor være noe absurd å gjøre dem til kriminelle. Tigging omfatter store sosiale problemer som etter min vurdering bør bekjempes med andre sosialpolitiske virkemidler enn forbud og kriminalisering. Derfor har Kristelig Folkeparti i lang tid vært opptatt av ulike fattigdomstiltak. Vi har bevilget ekstra penger til rus og psykiatri i våre alternative budsjetter. Dessuten er de ulike oppslagene som har vært knyttet til å få flere ut i arbeid, en vei som er viktig å Til slutt vil jeg knytte en kommentar til en gruppe mennesker som ofte blir knyttet til dette temaet. Romfolket er en svært stigmatisert gruppe. I en studie gjort av NOVA kom det fram at sigøynere som kommer til Norge fra Romania og Bulgaria, i all hovedsak er fattige familier som søker bedre levekår for sin familie. Kriminalisering av tigging vil ikke få dem ut av den nøden som de er i. Tigging i seg selv er altså ikke problemet, men om tiggerne blir aggressive og forstyrrer den offentlige ro og orden, skal dette selvfølgelig slås ned på – på lik linje med annen kriminalitet. Her er det viktig at politiet har de virkemidlene som trengs. Men å fastsette et generelt forbud er ikke veien å gå – det er helt andre tiltak som er riktige og nødvendige. Derfor stemmer Kristelig Folkeparti mot forslagene i

Bare kort – nærmest en stemmeforklaring: Jeg er enig i at tigging er en utfordring. Særlig er det en utfordring for dem som ser seg nødt til å tigge, men Venstre mener at løsningen ikke er et forbud. Tigging må møtes med sosiale virkemidler, ikke renovasjonspolitikk. Det finnes allerede lovhjemler for å bekjempe aggressiv og påtrengende adferd i det offentlige rom. Venstre ønsker å styrke politiets mulighet til å håndheve denne bestemmelsen, i stedet for å gjøre det forbudt for folk i nød å be sine medmennesker om en hjelpende hånd. Det har i de siste årene vært en økning i antall tiggere, ikke bare i Oslo. Årsakene til tigging er mange og sammensatte, både i Norge og i andre land. I et Europa rammet av økonomisk krise og høy arbeidsledighet, burde det ikke komme som noen stor overraskelse at vi også vil merke kontinentets problemer direkte og indirekte, som flere har vært inne på. Det politiske miljøet i Norge har blitt vesentlig mer kritisk til tigging etter at utenlandske tiggere har kommet til landet, dette til forskjell fra situasjonen i 2005, da løsgjengerparagrafen i straffeloven og datidens forbud mot tigging ble opphevet. Venstre mener den eneste humane og liberale løsningen på utfordringene med tigging er å håndtere det som et sosialt problem og løse det med sosiale virkemidler. Akkurat som vi nå ser at forbudet mot prostitusjon har drevet virksomheten under jorden, frykter vi at et totalt eller delvis forbud mot tigging vil føre til at dagens tiggere fort kan gå over til kriminelle handlinger for å forsørge seg. Problemet vil da ikke forsvinne – det vil forsterkes.

Det er gledelig at komiteen uttrykker den felles oppfatning at Norge må bidra til å avhjelpe nød og fattigdom, som er de underliggende årsaker til tigging. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre uttrykker at et hovedformål med et forbud må være å ramme de bakmenn som organiserer tiggingen, som ledd i menneskehandel og annen kriminalitet. Slik kriminalitet er selvsagt uakseptabel, og ikke minst når den er knyttet til personer i en sårbar situasjon, f.eks. personer som tyr til tigging. Det er etter min oppfatning på det rene at det store flertall av de utenlandske borgere som tigger, er en del av en virksomhet som på flere måter er organisert. Noen bidrar til transport av personer til Norge, og noen tar avgjørelser med tanke på hvordan en gruppe skal utøve tiggingen. Vi har likevel i dag ikke grunnlag for å si at det er sannsynlig at den typiske tigger er et offer for menneskehandel eller annen tvang. Vel så ofte vil det være like sannsynlig at tiggerne inngår i familiegrupper med sammensatte maktrelasjoner. Det er fremdeles begrenset kartlegging av feltet. Opplysninger fra enkelte hjelpeorganisasjoner tyder på at tiggere fra rombefolkningen ikke er offer for menneskehandel, selv om de ikke utelukker at menneskehandel også kan forekomme. Andre har mottatt opplysninger om at menneskehandel forekommer i disse miljøene. Vårt utgangspunkt må være at vi som samfunn bør tåle å konfronteres med tigging. Men hvor går grensen? Det ubehag den enkelte borger måtte føle i møte med utslåtte og fattige mennesker, kan ikke uten videre gi grunnlag for forbud. I den grad tigging utøves på en måte som er lovstridig, typisk ved at tiggeren forfølger eller opptrer truende overfor forbipasserende, må politiet utvikle strategier for å møte situasjonen. Godt politiarbeid er en viktig nøkkel til løsning.

Det som har vært viktig med innlegget her i dag, er å illustrere hvilke dilemmaer vi står overfor, og at det er nødvendig at vi på en grundig måte drøfter hvilke regler og grenser som kan gjøre nytte for å sikre at vi ikke ender opp med å gjøre forskjell på grupper av tiggere, og gir inntrykk av at det er en kriminalitet knyttet til tigging som ikke gir inntrykk av at det er en kriminalitet knyttet til tigging som ikke er forankret i virkeligheten. Jeg er glad for at justisministeren inntar den holdningen hun gjør i saken, og jeg tror det er viktig å jobbe aktivt for å finne andre virkemidler for å løse de sosiale utfordringene som er knyttet til tigging. Det er – som vi har vært inne på i debatten – et felles ønske om å bekjempe både kriminaliteten som er knyttet til tigging og særlig å ta bakmennene, også når det er snakk om menneskehandel. Man har gode erfaringer med dette, bl.a. fra Bergen og Kristiansand, som jeg viste til i mitt innlegg.

orden, at vi tar godt tak i disse problemstillingene, men at vi også tar oss den tiden som er nødvendig for å drøfte fornuftige løsninger. Det har vært et par saker hvor unge jenter har blitt trafikerte til Norge, og politiet har tatt dem for nasking og pågrepet dem på offentlige steder i ulike sammenhenger.

kan være, og hvor viktig det selvsagt er å adressere den alvorlige kriminaliteten, f.eks. knyttet til menneskehandel, på en god måte. Jeg opplever at vi fikk en god behandling av meldingen om organisert kriminalitet i Stortinget, og at det er bred støtte for prioriteringene der. Godt politiarbeid er sentralt, selvsagt både gjennom ressurser, metoder og innsats. De tiltakene som er knyttet til å bistå jenter som har vært utnyttet i menneskehandel, er også viktige. På dette området har vi, både gjennom ROSA-prosjektet og andre tiltak, gjort det mulig og enklere for kvinner å komme fram. Jeg hører at statsråden sier at vi må ta oss tid til å drøfte disse sammensatte utfordringene og problemene. For meg betyr det lang tids diskusjon, uten at vi foretar oss noen ting som helst. Det kunne vært interessant å høre hva statsrådens anbefalinger i dag er til mange kommuner og til politiet om prioriteringer av ressurser, og hva de enkelte kommunene har, når det gjelder å utarbeide egne vedtekter for å bekjempe den type utvikling som vi er vitne til. Er det slik at statsråden nå bare står og ser på at kommunene tilrettelegger for at flere tiggere skal komme, gjennom å bygge fasiliteter, sanitæranlegg, boliger, midlertidige teltparker osv.? Det er det som skjer, mens regjeringen skal drøfte problemstillingen. Slik representanten Sandberg framstiller situasjonen, er det jo selvsagt og heldigvis ikke. Kriminalitetsbekjempelse er en helt sentral oppgave for politiet, og når vi ser hvordan politiet i ulike byer har adressert dette problemet, og ser hvilket resultat f.eks. politiet i Bergen og også andre byer har oppnådd på dette området, ser jeg at det kan være kan være riktig at politiet her i Oslo ser nærmere på om det er noe av den innsatsen som er gjort i andre byer, som også kan komme til nytte her. Det er ikke uvanlig at man bidrar til erfaringsutveksling innad i politiet. I tillegg er det nødvendig å finne en løsning for diskusjonen rundt politivedtektene. Det er bl.a. knyttet til dette jeg har sagt, at den diskusjonen pågår, og vi vil prøve å bringe den til ende raskest mulig. Deler av debatten har gått på om man skal stigmatisere den enkelte tigger. I mitt innlegg lanserte jeg en tanke om at man faktisk kan forby selve organiseringen av tiggingen, ikke utnyttelsen, Da vil det være en slags hallikparagraf – etter mønster av den. Er det en mulighet som statsråden kan tenke seg å vurdere? Når jeg har gitt uttrykk for at vi vil vurdere de ulike alternativene knyttet til hvordan komme dette problemet mer til livs, så er det for tidlig å gå konkret inn i hva resultatet vil bli. Det er sentralt å se på, som jeg har vært inne på, om vi har de riktige bestemmelsene i politivedtektene. Det er også viktig å bruke eksisterende regelverk for ordensforstyrrelser. Om forbud som kan være aktuelle i tillegg til organisert kriminalitet, får vi komme tilbake til, men på dette tidspunktet er jeg ikke beredt til å konkludere med det. Replikkordskiftet er dermed omme. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Fattigdom er vanskelig, av og til lukter den. Den ser ikke spesielt ren ut. De aller færreste synes det er

vil ikke bare skade dem som har det tyngst, men jeg tror også det vil være med på å forandre vårt menneskesyn. For sosialpolitikkens del var det en seier da man opphevet forbudet i 2005. Jeg blir litt skremt når det er veldig mange ting som blir sauset inn i en og samme debatt. Det blir tegnet et bilde av en gruppe mennesker hvor det florerer, ikke bare av tigging, men av organisert kriminalitet, prostitusjon, stjeling, og hva som tenkes kan. Jeg tror den måten å føre debatten på er med på å bygge større avstand mellom dem og oss. Den enkleste konsekvensen man kan tenke seg, hvis vi skulle gått til det skritt å forby tigging,

at Høyre og Fremskrittspartiet bruker dette konkrete forslaget til å gi inntrykk av at man ønsker å være til hjelp for de menneskene som har det vondt. Den eneste praktiske konsekvensen av et sånt forbud vil være at det rammer nettopp dem som har det tyngst. Det er forskjell mellom samarbeid og å være organisert, kanskje noen talere fra Høyre skulle vært mer tydelige på, men hvis det ikke skal stilles krav til grad av utnyttelse når vi ser på organisert kriminalitet, så rammer det dessverre helt andre enn dem vi ønsker å hjelpe. Jeg er en varm tilhenger av å bekjempe fattigdom, men ikke av å bekjempe fattige vil kun være med på å gjøre det vanskeligere for dem som har det tyngst. Da er jeg glad for at så mange i debatten har pekt på hvordan vi ellers kan hjelpe – at den viktigste innfallsvinkelen er sosiale virkemidler.

at det ikke er alle tiggere som er kriminelle eller del av en organisert kriminalitet. Dette er et sammensatt spørsmål, og det er ingen enkle svar, slik man i en del av de foregående innlegg prøver å gi inntrykk av. De tiltak som er mest effektive for å bekjempe fattigdom, og dermed tigging, er sosialpolitiske, og ikke justispolitiske, det er Høyre veldig tydelig på. I tillegg må vi sørge for at når det gjelder de utenlandske tiggerne – og vi har ganske god oversikt over hvor de fleste kommer fra – skal vi være tydeligere og bedre på å gi bistand til deres respektive hjemland.

krisen i Europa skyldes kapitalismen. Da er det grunn til å minne representanten på at kapitalismen, i kombinasjon med markedsøkonomi, har brakt flere mennesker ut av fattigdom enn den sosialismen som representanten Chaudhry representerer, noensinne har gjort. Det er også grunn til å minne om at SV i 2005 forsøkte å vedta at man skulle avvikle tiggingen. i 2005 forsøkte å vedta at man skulle avvikle tiggingen. Man så hvordan det gikk, og jeg antar at representanten husker det med en bitter smak i munnen. Det er også grunn til å peke på at antallet rusmisbrukere som nå står i kø for å få rusavvenningsbehandling, har økt med denne regjeringen, og ikke blitt redusert. Det er spørsmål som vi også må adressere i et sosialpolitisk perspektiv, og tigging er en del av dette. dette. Da nytter det ikke, som representanten Chaudhry gjør, å dekke seg bak de gode intensjoner – det løser ingen problemer – når man ikke evner å ta tak i bakgrunnen for problemet, og tør å gå inn i det landskapet og debattere saken reelt og Det er riktig observert av representanten Werp at det er sent på kvelden. Vi er nå på sak nr. 22 av 30. Det er

De som ikke hadde noe å bidra med i samfunnet, skulle stues bort. Fattige og tiggere ble sett på som mennesker som representerte et økonomisk, moralsk og ordensmessig problem for samfunnet. Det var det altså Jan P. Syse som sa. Samtidig var det faktisk Høyre som i 2005 foreslo å oppheve løsgjengerloven. Så tar Høyre i dag til orde for å innføre løsgjengerloven det elementet som sier «ingen tigging», men som tillater, eventuelt, rus på offentlig sted. Det viser vel den splittelsen som er i Høyre, mellom det liberale Høyre, som framholder den personlige friheten, og at man ikke kan forby alt man ikke liker, kontra klassestandpunktet, som sier «ta de fattigste hardest mulig». Nå er det La oss slå fast: Det er ulovlig å drive menneskehandel. Det er ulovlig å stjele. Det er ulovlig å selge narkotika. Så lages det et bilde av at tiggerne er folk som allment stjeler og selger narkotika, og derfor må tigging kriminaliseres. Det er jo en logikk som tilsier at man i så fall burde gå enda lenger, nemlig stue dem bort bare fordi de er til. Det er heller grunn til å tro at vi får økt kriminalitet om alternativet tigging forbys. Det er ikke hyggelig å se folk fornedre seg med å tigge, men tiggingen er jo først og fremst et symptom på sosial nød, i Norge eller i det Europa som vi er en del av. Tiltak må settes inn for å stoppe nøden, ikke fjerne symptomet. Det spres myter om organisert tigging. Bortsett fra at vi har et lovforbud som rammer både aggressiv og organisert tigging,

Historien om bakmennene er fiksjoner hentet fra østeuropeisk rasistisk mytologi. Det positive i dag er at mens vi diskuterer her i salen, tegnes det arbeidskontrakter med rumenske romfolk utenfor her om salg av gatemagasinet med det gode navnet «Folk er Folk» – for det er det de er. Til det foregående innlegg vil jeg bemerke at representanten

men at det for noen kan være en uformell måte å arbeide på, som faktisk også har vært framme i NOVA-rapporten. Så på det punktet synes jeg NOVA-rapporten er interessant. Et gjennomgående tema i debatten har vært hvorvidt dette er enkeltmennesker som organiserer seg selv i mindre enheter, noe som således er en helt harmløs foreteelse. Jeg vil få lov til å henlede Stortingets oppmerksomhet på Europakommisjonens hjemmeside, der EU-kommisær for sosiale spørsmål, Cecilia Malmström fra vårt naboland, har skrevet følgende: «På mitt område er det et økende problem at Romkvinner og barn blir ofre for trafficking. Både for seksuelle formål og blir tvunget til å tigge i gatene. Europol har økt sin innsats for å bekjempe de kriminelle gjengene bak denne skremmende handel, og i løpet av kort tid vil jeg presentere en handlingsplan for EUs bekjempelse av trafficking.» Jeg skulle ønske at vi hadde hatt en justisminister som var tilsvarende offensiv, og som på basis av internasjonale kontakter var i stand til å orientere seg noe mer i dette feltet. Jeg skal gå med på at bildet er broket, at det kan være sammensatt, og at det kan være flere grunner til at folk ønsker å komme til Norge for å tigge på våre plasser og i våre gater. Men jeg synes i hvert fall at når man viktige politiske embeter, bør man ligge i forkant av utviklingen og hente kunnskapen der den finnes. Så hvis man lytter med godvilje til justisministeren, sier hun at det går en grense for hvor mye et bysentrum kan preges av tigging, men at man tydeligvis ikke har kommet dit ennå. Noen av oss synes vi har kommet dit, også fordi vi vet at det bak dette – det gjelder ikke 100 pst. – er mange nok som ledd i denne internasjonale virksomheten faktisk er offer for annen kriminalitet. Jeg følte meg som

følg med,

parti som ønsker akkurat det samme som Høyre og Fremskrittspartiet, nemlig et forbud, begrunnet med at man bl.a. ønsker å Det må jo da være sånn at det er umulig for Høyre å si noe som helst som eventuelt andre er enig i, for når vi sier det, er altså intensjonen vår aldri det vi sier. Vi bare finner på intensjoner, finner på tiltak, mens vi egentlig mener noe annet. Det var omtrent det nivået Chaudhrys innlegg lå på, slik det pleier. Når det gjelder den fattigdommen representanten Chaudhry mener er et resultat av kapitalismen i de landene det er snakk om, problemet i en del av de landene at det er altfor lite kapitalisme, altfor lite velfungerende markeder, altfor lite demokrati, altfor lite av det som gjør at Norge fungerer, og at de landene ikke fungerer. Til representantene Egeland og Forsberg: Dette er ikke sånn synsing, innsausing og finne-på-argumenter som ikke har noen sammenheng, for de sammenhengene vi i Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre er faktisk akkurat de samme sammenhengene og de samme kildene som enkelte brukte da man ville innføre sexkjøpforbudet. Jeg står her med en rapport fra Europol. Jeg regner med at det ikke bare er innsausing og finne-på-argumenter, men faktisk ganske velfunderte argumenter som viser at det er en klar trend at tigging er en del av totalbildet, og at de som er tiggere – det gjelder ikke alle, men det gjelder noen at de som er tiggere – det gjelder ikke alle, men det gjelder noen – også kan begå annen, til dels grov, kriminalitet for å betale tilbake pengene de skylder fordi de ble trafikert til et land. Jeg har selv to ganger i en av gatene her opplevd at det sitter en tigger utenfor og spaner på når man ikke følger med, for så å gi beskjed via mobiltelefon til dem som sitter inne i et lokale. Jeg kjenner også til at det er tiggere som brukes som

også forholdt seg til realitetene, men så har vi dessverre representanter som beveger seg langt utenfor det det dreier seg om. Da tror jeg Stortinget skjønner at jeg sikter til representanten Egeland, som ikke har forstått noen ting av det som foregår. Han viser rett og slett at han ikke har kompetanse når det gjelder hva man er opptatt av i resten av Europa med hensyn til den utfordringen vi står overfor, og han nærmest trakasserer stortingsrepresentanter for å ha om å fremme saken til de menneskene som er utsatt for organisert kriminalitet og menneskehandel, på en god måte. Jeg har fortsatt til gode å høre hvilke virkemidler de sterkeste kritikerne av å forby tigging ønsker å sette i verk. Ja, jeg hører man snakker om at man skal bruke sosiale virkemidler. Men kan noen fortelle meg hvilke sosiale virkemidler man ønsker å bruke for å stoppe denne virksomheten? Er det å bygge fasiliteter som skal tiltrekke seg enda flere? Er det å innføre dagpengeordninger for denne gruppen, som vi bl.a. gjør for utenlandske kriminelle i norske fengsler, noe som tiltrekker seg enda flere? Er det enda flere sosiale virkemidler som skal innføres, noe som skal tiltrekke seg enda flere? Er det det man ønsker? Jeg synes, med respekt å melde, også at justisministeren bør hvorvidt man lokalt har politivedtekter og kan regulere dette selv. Jeg synes, med respekt å melde, at man da i tilfelle kan gi denne anbefalingen til andre kommuner, hvis man har lyktes i noen, uten et forbud. Og jeg synes, med respekt å melde, at man kan signalisere til alle kommuner som nå har planer om å bruke vesentlige ressurser og midler til å bygge fasiliteter for denne gruppen, at man da i hvert fall ikke anbefaler det, inntil regjeringen har fått tenkt seg om – som jeg hører fra justisministeren. Det er,

Oktay Dahl sammenligner med sexkjøploven, og det er et godt poeng. Der kriminaliserte vi jo sexkjøperen, ikke dem som ble utsatt for overgrep – som forslaget nå eventuelt går ut på. Min konklusjon er at det er et blindspor å forby folk å bomme en tier, enten det måtte være en tier for å få en bedre framtid i Romania, eller til en kaffe eller en øl, eller til hva annet norske rusmisbrukere bommer penger til. De er også mennesker, og det siste de trenger, er ytterligere

Det er et menneske, akkurat som oss, som finner det nødvendig å stå i en gate med en hand rukket fram. Det er en sinnstilværelse som vi ikke er i stand til å kunne forstå – vi som sitter i trygge hjem og har millionlønner og diverse. Når et menneske likevel finner det riktig og nødvendig,

mulighet til å komme i arbeid? Men der vil jo representanten Sandberg og hans parti ha en enda større borg rundt Norges grenser – for ikke å være fornøyd med den borgen som ligger utenfor EUs grenser. Så sosiale midler finnes, men da må noen være villig til å gi dem en sjanse. Så er hvis jeg var en far og hadde seks barn og en kone, og vi nå skulle komme i en situasjon hvor det ikke fantes noen annen mulighet enn å gå og tigge, og jeg sier til et av barna: stå der, og til det andre: der, og til kona: der. Jeg kommer med en kopp kaffe til deg kl. 12, jeg kommer med en farris til deg kl. 14, og jeg kommer med mat kl. 15, og så skal jeg hente penger. Det er på godt norsk en organisering. Men er det ulovlig? Er det noen som kan fortelle meg at det er ulovlig? Organisering av kriminell virksomhet er ulovlig, og det er straffbart fra før av. Så jeg forstår ikke disse stortingsrepresentantene som ønsker å forby organisert tigging. Så var min gode kollega, Oktay Dahl, innom og sa at det er uenighet i regjeringspartiene. Ja, det er uenighet i regjeringspartiene. Men hvis

ordet til en kort merknad, begrenset til inntil 1 minutt. Jeg skal rette opp en åpenbar misforståelse knyttet til hedersmannen Syse. Det var altså ikke hans sitater jeg trakk linker til. Det var evnen enkelte SV-representanter hadde til å snakke om klassesamfunn og stemple Høyres intensjoner og Fremskrittspartiets intensjoner som en form for klassejustis. Derfor valgte jeg å bruke enkelte av de forbildene som deler av SV har hatt tidligere. Når det gjelder det å sette seg inn i Når det gjelder det å sette seg inn i hvordan tiggere som ledd i organisert menneskehandel har det, kan jeg faktisk det. Jeg har i mange år jobbet med det temaet, møtt folk som har vært utsatt for det. Jeg har sittet to år i en arbeidsgruppe som har jobbet mot menneskehandel i Østersjøsamarbeidet. Jeg har blitt rapportør for oppfølgingen av vedtakene knyttet til det. Jeg har møtt en lang rekke frivillige organisasjoner på feltet. Så jeg synes egentlig det føyde seg inn i rekken, at man mistenkeliggjør

hvert fall for en periode. Det er det som er en del av det som skjer når man bruker familiemedlemmene – barn – rundt omkring i hele Europa. I forhold til den type virksomhet ser man at tiggingen er den ene delen, men det er en betydelig større risiko for at disse barna også blir utsatt for annen type kriminalitet, som seksuelle overgrep

Så registrerer jeg, ja, hvis sosiale virkemidler er å sette alle sammen i jobb, får vi også en interessant utvikling med hensyn til hvor mange vi greier å sysselsette etter hvert. Da starter vi bare en ny bølge. ja, hvis sosiale virkemidler er å sette alle sammen i jobb, får vi også en interessant utvikling med hensyn til hvor mange vi greier å sysselsette etter hvert. Da starter vi bare en ny bølge. Representanten Akhtar Chaudhry har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Presidenten kan informere om at det nå ikke lenger er riktig å si at det er sen kveld, nå begynner vi å nærme oss tidlig morgen. Dette er til det siste innlegget fra representanten Sandberg. Det var et klokt innlegg. Det stemmer det, hvis jeg hadde kommet i en situasjon hvor jeg måtte organisere familien til å tigge, så hadde Spørsmålet er: Hvorfor gjelder ikke det for de barna som kommer fra Romania, at barnevernet skal ta vare på dem? Hvorfor er det sånn at mine barn har et bedre vern enn barna som kommer fra Romania? Så til det som representanten Sandberg var innom: All utnytting og det at barn blir utsatt for overgrep overgrep og annen type kriminell virksomhet, er straffbart. Vi trenger ikke å komme inn på det gang etter gang – det er straffbart. Så vi må bruke de virkemidlene vi har, og ikke skyve sakene foran oss – det vil gjøre det lettere for oss alle sammen. Avskaffer vi markedet, så har vi løst problemet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 22. I denne saken er det bred enighet i komiteen, og innstillingen er i sin helhet enstemmig. Det er bra. Komiteen støtter intensjonen i forslaget fra

Vi er alle sterkt bekymret over utviklingen av stadig nye syntetiske stoffer. Jeg synes presidenten for øvrig uttalte dem elegant, så jeg sier bare syntetiske stoffer som gir brukerne – i all vesentlighet ungdom – stor helserisiko. Stoffene er spekulativt framstilt for å omgå lovverket, og eneste formål er å gi rus. Vi må snarest mulig få på plass et lovverk som sikrer effektiv og rask oppføring i narkotikalisten når slike nye stoffer dukker opp. I dag tar det ofte for lang tid, og slik skal det ikke fortsette. I brev fra helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til komiteen redegjør ministeren for at Statens legemiddelverk i sommer vil presentere et nytt utkast til herunder en narkotikadefinisjon. Dette har vært ute på høring tidligere, men for å få et bedre regelverk, og med bakgrunn i de innspill som kom i den høringsrunden, er det et nytt utkast som nå snart vil foreligge. Deretter følger en ordinær høring. Departementet har bedt Legemiddelverket om å se til de anbefalinger som ligger fra FNs fagorgan på dette området, dvs. at en legger til grunn en vurdering om en skal ha en generisk definisjon av dette for å omfatte flest mulig typer stoffer. Dette betyr at et nytt regelverk, som bl.a. skal bidra til å fjerne tolkningstvil, kan være på plass Vi skal ha høye ambisjoner om at et nytt regelverk skal gjøre en merkbar forskjell i kampen mot narkotikaindustrien og for bedre å forebygge narkotikamisbruk. Komiteen har i sin innstilling valgt å vise til synspunkter fra Politijuristene. Politijuristene er for øvrig i sin alminnelighet nokså aktive og komiteen. Jeg har som saksordfører hatt en dialog med Politijuristene. De ønsker en sekkebestemmelse – som de selv kaller det i et brev jeg har fått – som fanger opp flest mulig nye stoffer. Her er det slik at en på dette området tenker ganske så likt i departement sammenlignet med hva Politijuristene gjør av vurderinger. Vi viser også til Rusfeltets som peker på at Sverige har en lov som gir myndighetene anledning til å destruere stoffer med skade og misbrukspotensial sjøl om det dreier seg om stoffer som enda ikke er oppført på narkotikalisten. Fra komiteens side mener vi at det kan være interessant å se nærmere på om dette kan være aktuelt for Norge. Jeg mener at forslaget fra de tre blir godt ivaretatt gjennom denne enstemmige innstillingen, sjøl om vi under henvisning til den pågående forskriftsprosessen ikke går inn for sjølve forslaget. Jeg håper Kristelig Folkeparti – og gjerne Venstre, som heller ikke sitter i komiteen – kan slutte seg til denne måten å håndtere det på. Det er viktig

for å bekjempe denne kyniske virksomheten som drives av narkotikaindustrien, og som rammer så altfor mange i vårt samfunn, og som vi virkelig må ta på alvor. Vi viser alvoret når vi står samlet, slik vi gjør i dag. Så takk til komiteens medlemmer for et veldig konstruktivt samarbeid rundt denne

tolletaten at man er bekymret over alt det man faktisk må slippe inn, som egentlig burde stått på en liste over forbudte stoffer. Så vi må ha et mer effektivt regelverk i den verden som vi lever i i dag, hvor det faktisk er lett å bestille stoffer og få dem levert, og hvor det stadig vekk er en utvikling med nye stoffer, som ofte er enda verre og enda mer skadelige enn de stoffene som er forbudt. Så her må vi få på plass et regelverk raskest mulig.

å jobbe med dette er viktig å kikke nærmere på det som selges som «helsekost» i norske butikker. Her har det vært en innstramming, men vi vet at det tidligere har vært avdekket at det finnes preparater og midler som selges over disk – og ikke bare under disk – i norske butikker i dag, som kan inneholde ganske mye av de stoffene som kan skape både den ene og den andre reaksjonen hos dem som bruker det. Jeg har for så vidt prøvd et stoff selv. for mange, mange år siden i Spania. Det var veldig fint å bruke til trening og kjøpt på en veldig bra helsekostbutikk, men jeg oppdaget veldig fort at jeg – i tillegg til at jeg nesten ikke fikk puls – ble veldig sint, fikk ikke sove og ble veldig aggressiv. Det var sikkert ingen som merket forskjell, men det var i alle fall ikke noen spesielt hyggelig opplevelse, og jeg sluttet med det etter ganske kort tid. Men å ha tittet litt på noen nettsteder tror jeg faktisk det finnes butikker i Norge som fortsatt selger den typen midler. Så det er viktig å ha et nært samarbeid med EU og internasjonale organisasjoner for hele tiden å holde seg oppdatert om hva industrien gjør. For enkelte selger jo ikke bare illegale midler; de kombinerer der de kan hente penger, og der de finner hull i regelverket, Så når noen ønsker å styrke Tollvesenets muligheter, er dette altså en bit av det ved siden av det jeg tok opp nå. Så jeg har lyst til igjen å takke forslagsstillerne for et godt forslag, og jeg håper at vi relativt fort får en sak til Stortinget, slik at vi kan fatte noen vedtak og effektuere det vi alle er enige om.
gode ord fra flere av dem som har holdt innlegg. Jeg kan samtidig bekrefte at Kristelig Folkeparti ikke ønsker å ta opp igjen forslaget, fordi vi er veldig fornøyd med den behandlingen som forslaget vårt har fått – med saksordføreren i spissen, men også av resten av komiteen. Vi er også fornøyd med den tidsplanen som er skissert i brevet fra helseministeren, og vi forventer jo at dette blir fulgt opp. Derfor kommer vi også til å følge med med i framgangen, slik at vi forhåpentligvis får en sak ganske tidlig på høsten. Som flere har vært inne på, er noe av poenget nettopp at dette er stoffer som er lovlige, og som kan framstilles ganske enkelt. Man kan ganske enkelt unngå lovverket, og i tillegg kan det være veldig sterke stoffer. Det å ikke la narkotikaindustrien fortsatt ha overtaket, men at vi kan komme i hvert fall litt mer frampå, er et utrolig viktig og nødvendig grep som komiteen slutter enstemmig opp om. Det viktige for oss er at noe skjer, og det opplever vi at en enstemmig komité har gitt klar beskjed om at det skal, og derfor tar vi ikke opp forslaget som vi fremmet i

og dermed alle de skadevirkningene bruken medfører. For kort tid siden deltok jeg på en konferanse i regi av SIRUS. Hovedtemaet var «Hva vet vi om cannabis?» Der fikk vi vite at bruken av cannabis har gått ned de siste årene, spesielt hos de unge. Innlederne mente at dette var et resultat av flere forhold, bl.a. at folk flest har fått mer kunnskap om de alvorlige helseskadene cannabis gir. Imidlertid ser vi en dramatisk økning i bruken av de syntetiske cannabinoidene. Salget har tatt helt av på Internett. Disse rusmidlene, også markedsført som «Legal Highs», ble solgt på hele 693 nettsteder i januar i år, mot 314 i januar i fjor – altså mer enn en fordobling på ett år. Stadig flere og nye typer stoffer kommer på markedet. Markedet er uoversiktlig, og innholdet i disse produktene er ofte en godt bevart hemmelighet. Det er skremmende hvor lite vi egentlig vet om hva slags stoffer som er i de ulike produktene, og ikke minst virkingene av disse stoffene. Det vi imidlertid vet, er at stoffene kan gi overdoser fordi effekten øker proporsjonalt med inntaket, i motsetning til eksempelvis marihuana. Det er rapportert om alvorlige bivirkninger som hjerteinfarkt helt ned i 17-årsalder. Det er òg rapportert om psykoser med selvskading, ulykker og Når vi vet hvor farlige disse stoffene er, er det skremmende å høre hvor uskyldig de ungdommene som bestiller dette på nett, tror stoffene er. Brukerne er mest opptatt av fordelene med bruken framfor av skadevirkningene. Fordelene ungdommene lister opp, er alt fra at det er billig, at det er lett tilgjengelig, at det er lovlig, at det har leveringsgaranti, at virkningen er sterk faktisk to til tre hundre ganger mer enn vanlig hasj – at stoffene går raskt ut av kroppen, og at de ikke oppdages i urinprøver. Dersom vi ikke får gjort noe med holdningene til bruk av disse stoffene, er jeg redd vi framover både vil se flere brukere, yngre brukere, et økt behandlingsbehov og en økt bruk av andre rusmidler. En slik utvikling må vi gjøre alt vi kan for å forhindre. Et lovverk som medfører at disse syntetiske stoffene kommer inn under narkotikalovgivningen, er som sagt viktig, både fordi det gir en signaleffekt, og fordi det bl.a. gjør politiets arbeid med å bekjempe både salg, kjøp og bruk mye lettere. Men en slik lovendring vil ikke være tilstrekkelig alene. Vi må i tillegg få mer kunnskap om stoffene og om de helseskadelige Videre må vi bli mye flinkere til å få denne viktige kunnskapen ut – ut til ungdommene, ut til foreldrene og ut til folk flest for å forebygge at folk lar seg friste til å ruse seg på disse rusmidlene. Arbeidet må altså intensiveres. Min mening er at først da vil vi ha muligheter til å lykkes i å bekjempe bruken av disse syntetiske

innstilling der vi vedlegger dokumentet protokollen. Det som er å si om utvalgene, er at komiteen er særdeles fornøyd med at antall saker etter ordningen har gått ned. Komiteen mener dette vitner om at mange derfor innenfor de forskjellige gruppene har fått sine saker Restansene er godt nedbygd, og saksbehandlingstiden er blitt akseptabel. Mer er det egentlig ikke å si, annet enn at komiteen selvfølgelig har blitt gjort oppmerksom på at saker som kommer inn nå, framstår som noe mer komplekse fordi søkerne anfører flere grunner. Dette skal komiteen være oppmerksom på, og vi håper at utvalgene også greier å håndtere disse sakene

For å rette opp dette foreslår kommunal- og forvaltningskomiteen at Stortinget i dag, ved annen gangs behandling av saken, vedtar en anmerkning om at lovforslaget bør henlegges. Endelig henleggelse vil så bli gjort ved tredje gangs behandling av saken i et senere møte. Jeg tar opp det forslag som er omdelt på representantenes plasser i salen.

President, det

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fortsatt ønsker å stemme imot. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fortsatt ønsker å stemme imot. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt 30 forslag. Det er forslagene nr. 1–30, fra Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 5 og 6 er identiske, og forslag nr. 6 vil derfor bli utelatt i

Selv om innstillingen i utgangspunktet var enstemmig, har saksordføreren, Anders B. Werp, gjort oppmerksom på at han anbefaler å stemme imot komiteens innstilling til § 216 b annet ledd bokstav d, at det oppheves. Saksordføreren anbefaler altså at innstillingen ikke vedtas når det gjelder § 216 b annet ledd bokstav d. Denne anbefalingen har fått støtte ikke bare fra Høyre, men også fra Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er altså all mulig grunn til å tro at innstillingen til § 216 b annet ledd bokstav d vil falle. Vi må allikevel gjennomføre voteringen, med utgangspunkt i innstillingen. Det voteres først over komiteens innstilling til III, § 216 b annet ledd bokstav d oppheves.

som allerede var opphevet. Vedtak av forslag til anmerkning innebærer at Stortinget stopper en overflødig lovbehandling, og det vil skje ved tredje gangs behandling i Stortinget. Det voteres da over det framsatte forslaget til anmerkning. Anmerkning til lovvedtaket er enstemmig vedtatt vedtatt og blir i overensstemmelse med Grunnloven ført opp til tredje gangs behandling i Stortinget på et senere tidspunkt. Votering i sakene nr. 27–29 Når det gjelder sakene nr. 27–29, er de andre gangs behandling av lovsaker. Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.